og ett i Farsund, der femårige barnehagebarn får smake forskeroppgaver og eksperimentering med god veiledning. Det skal også brukes midler til kurs og etterutdanning av personalet. Jeg er enig med kommunalsjef Tore Haus i Farsund kommune i at det er flott når næringslivet vil bidra til Kunnskapsløftet i skole og barnehage. Å bygge kunnskapssamfunnet er som kjent en av denne regjeringas aller viktigste Det gjelder fra barnehage til universitet og høyskole. Det er særlig grunn til å legge merke til den satsingen regjeringa nå legger opp til på realfagssida, med bl.a. 20 mill. kr til realfagskommuner. Vi vet at det å styrke realfagskompetansen er viktig for at flere elever skal få en god overgang fra grunnskole til videregående skole og for gjennomføring av videregående skole, ja faktisk også for gjennomføring av høyere utdanning. Mange elever og studenter strever med disse fagene, og derfor har regjeringa også varslet at det i 2015 vil bli lansert en ny realfagsstrategi, som skal bidra til å heve det generelle kompetansenivået i realfag. Vi ser også at vi trenger flere lærere med fordypning i realfag. Det tar denne regjeringa fatt i, med – ja nettopp – en historisk satsing på etter- og videreutdanning. Totalt er det foreslått å bevilge 1 035,6 mill. kr til videreutdanning for lærere. I 2013 brukte den forrige regjeringa 340 mill. kr. Denne regjeringa har altså økt bevilgningen med hele 695 mill. kr bare det siste året. Jeg er glad for at de fire samarbeidspartiene står sammen om å prioritere skole, utdanning og forskning og viser klar vilje til å prioritere tiltak som fremmer kunnskap og kompetanseutvikling. til nytte for den enkelte og til nytte

ein verkeleg folkedugnad for å gjere dei rike enda litt rikare. Går det som regjeringa ser føre seg, skal våre jamlege bidrag på kr 1,50 per pose kvar gong vi handlar, gjere at summen blir 1 250 000 000 kr, eller 1,25 mrd. kr, ved slutten av året. Ei krone her og ei krone der har då blitt til noko som monnar, slik som med resten av statsbudsjettet:

Men ved hjelp av spleising får vi med dette statsbudsjettet anledning til å gje ei stor gåve som vi sender til dei i samfunnet vårt som sit best i det. Poseavgifta vil rundt rekna dekkje ein tredel av formuesskattekuttet i budsjettforliket, det er det same som den delen av kuttet som går til dei 0,1 pst. rikaste. Det inkluderer dei som rett og slett ikkje får utgiftene til å

fordi det var så viktig for regjeringspartia å bruke dei store pengane på dei store formuane. Ord som «spleiselag» og «dugnad» har god klang i den norske folkesjela. Det handlar om å stille opp, ta i eit tak når det trengst. Det er t.d. slik mange vil seie at vi bygde landet etter krigen. Dugnad er noko vi gjer for å gjere samfunnet betre for kvarandre, for å halde liv i skulekorpset eller for å gjere leikeplassen litt koselegare for ungane – for ikkje å snakke om verdas største dugnad: den årlege

Samtidig har jeg fulgt opposisjonen og særlig Arbeiderpartiet med stor undring i høstens debatter og i dagens debatt, særlig gjelder dette Arbeiderpartiets kjærlighetserklæring til de store byene. Det er ikke måte på hva som nå skal gjøres av storbysatsing. Men hva gjorde egentlig Arbeiderpartiet for de store byene da de selv satt i regjering? Sannheten er at Arbeiderpartiet etterlot seg et stort udekket behov for bl.a. midler til kollektivtransport i storbyområdene. Sannheten er at Arbeiderpartiet etterlot seg et etterslep i boligbyggingen. Arbeiderpartiet gjorde lite i posisjon, men kommer med store løfter i opposisjon. Luftige løfter er nøyaktig hva de store byene ikke trenger. La meg bruke kollektivsatsing som eksempel. Denne regjering legger opp til en stor satsing på kollektivtransport og jernbane. En grønn byutvikling kommer som følge av konkret politikk som følges opp over flere år. Når Arbeiderpartiet nå plutselig lover penger til en rekke prosjekter uten at de sier noe om når de vil gjennomføre dem, framstår det som gode ønsker. Da hjelper det lite å legge 1 mrd. kr på bordet. Da de regjerte, stemte Arbeiderpartiet ned et forslag om at om at regjeringen skulle delta med 50 pst. finansiering av store kollektivløft i byene. Nå forventer de at vi skal tro dem på at de ønsker å bidra med 70 pst., når de i sin tid stemte ned 50 pst. Vi satser på å vise i praksis hva vi ønsker, også når vi er i posisjon. Derfor har vi nå gått inn for en statlig finansiering av nettopp

nemlig barna. Vi vet at i en storby kan en slik stemme fort bli helt borte. Derfor er jeg glad for at vi styrker tiltak mot barnefattigdom, styrker det kommunale barnevernet og styrker det forebyggende arbeidet blant unge. Nå ser jeg fram til å sette i gang arbeidet med å iverksette planene, og det denne regjeringen lover, vil den også

Kva er så fasiten for fylket mitt, med Høgre og Framstegspartiet i regjering? Sogn og Fjordane skal i løpet av ein femårsperiode kutta om lag 250 mill. kr dersom Høgre og Framstegspartiet hadde fått viljen sin i fylkeskommunen. For å setja dette kuttet i perspektiv: Kuttar vi i vegvedlikehaldsinvesteringane, halverer

så store kutt no. Dersom det er slik at Framstegspartiet og Høgre i fylket jobbar for å betra vilkåra for innbyggjarane, vart i alle fall dette fullstendig mislykka. Det kom ytterlegare 18 mill. kr i kutt. Heldigvis har vi ei mindretalsregjering, og vi er samde med KrFUs representant, som sa at Kristeleg Folkeparti og Venstre gjorde eit dårleg budsjett betre. Mange av dei smålege kutta vart reverserte, men likevel er Kva med regjeringa sine verkemiddel for å skapa nye og ta vare på eksisterande arbeidsplassar, er vi budsjettvinnarar her? – Nei, det er ytterlegare reduksjon i regionale utviklingsmidlar, Arbeidarpartiet har lagt inn 300 mill. kr i auke her. Innovasjon Noreg skal nedbemanna og sentraliserast. Arbeiderpartiet har lagt inn vekstpakke, skogsatsing, midlar til bestandsforsking, maritimt verdiskapingsprogram – og det er eit klimasatsingsbudsjett der vi firedoblar regjeringa si auka satsing på miljøteknologi. Kommunane i Sogn og Fjordane hadde fått nesten 45 mill. kr meir med Arbeidarpartiet sitt alternative budsjett. Høgre sine representantar på talarstolen i dag har snakka om infrastrukturtiltak som det viktigaste for å få vekst i næringslivet. Fylket mitt har, rett nok, fått 20 meter ny men korleis skal eit fylke som skal kutta nærmare 270 mill. kr, ha råd til å ta opp nye lån for å få nyttiggjera seg rentekompensasjonsordninga til veg? Ein må berre undrast. Ser regjeringa konsekvensane av det dei gjer, eller er det ein villa politikk? Kanskje Warloe berre sa det Høgre eigentleg meinte, og som no vert gjennomført i praksis.

Derfor gir vi skattelette til vindkraft og småkraft, vi ruster Enova og Innovasjon Norge til å kunne fremme mer klima- og miljøteknologi, vi fortsetter og utvider avgiftsfordeler for lav- og nullutslippskjøretøy, vi skaper bedre rammevilkår for biogass til transport, og vi har en rekordstor satsing på kollektivtrafikk og jernbane – for å nevne noe. Den samlede klimaprofilen i budsjettet er på 4,2 mrd. kr – det er en Kritikken fra representanten Aasland blir lite troverdig, all den tid Arbeiderpartiet aldri utnyttet muligheten til å starte det grønne skiftet da de selv satt i regjering. For eksempel: Da vi foreslo at staten skulle dekke 50 pst. av store kollektivprosjekt i byene, stemte den rød-grønne regjeringen det ned. Nå leverer vi. Da Kristelig Folkeparti ville gjøre det mer attraktivt å kjøpe miljøvennlig bil i 2009, mente den rød-grønne regjeringen at det allerede er en betydelig Nå foreslår de avgiftslette for hybridbil – ting har tydeligvis endret seg i opposisjon – mens vi leverer både på dette og elbil-politikken i vårt budsjett. Da vi ville styrke klimateknologifondet utover klimaforliket, stemte de rød-grønne det ned. Nå leverer vi. Da de borgerlige partiene fremmet et forslag om et grønt skatteskifte i forrige periode, stemte de rød-grønne det ned og kalte det noe underlig. Nå er vi i gang med å levere.

Det er ingen tvil om at det som gir størst incentiv for næringslivet til å være med på det grønne skiftet, er grønn politikk som gjennomføres i virkeligheten – ikke grønne ord i et alternativt statsbudsjett fra et parti som aldri leverte da de hadde

er eit kroneksempel på resultatet av oljeeventyret, der gjennomsnittsinntekta dei siste åra har vore høg, og der gjennomsnittsutdanningsnivået har vore lågt. Det vi kan sjå no, er at olja, som ga moglegheiter for alle, vil gi utfordringar for mange. Vi treng investeringsvilje og gründerskap – og det må det stimulerast Det handlar om kunnskap. Det handlar om forsking og innovasjon. Det handlar om forenkling og avbyråkratisering. Og sist – men ikkje minst – handlar det om samferdsel, som med budsjettet for 2015 har fått eit historisk løft. Dette gir eit klart og tydeleg svar på kva vi i Høgre og samarbeidspartia meiner er riktig For første gong på tiår blir det lagt fram eit budsjett som faktisk innhentar vedlikehaldsetterslepet. Dette budsjettet vil bidra til tryggare og raskare reiser – vi er eitt steg nærmare at Noreg skal få den infrastrukturen for kollektivtrafikk og -transport som vi treng i dag og i framtida. Men vi har òg ein nyare type infrastruktur enn veg: Vi har fått eit samfunn som krev tilgang til

til. Her handlar det ikkje berre om statlege pengar, her handlar det kanskje mest om betre tilrettelegging og om rolleforståing for at vi saman skal klare å nå målet. Eg ser med spenning og forventing fram til det vidare arbeidet og – ikkje minst – til samarbeid om ei heilskapleg infrastrukturutbygging i Noreg.

Vi treffer ikkje desse på butikken eller på kinoen, slik vi treffer lokale eigarar av bedrifter, som vi snakkar med om morgondagens utfordringar. Vi ser at naboane våre som er lokale eigarar, er opptatt av bedriftene og unngår å ta ut midlar frå dei – for å byggje stein på stein, slik som òg foreldra deira gjorde. Vi som er nær desse, forstår og Vi som er nær desse, forstår og aksepterer ikkje at norske eigarar skal vere nøydde til å ta ut millionbeløp – som svekkjer arbeidsplassane – framfor å kunne bruke dei til vidareutvikling av bedrifta. Desse lokale, aktive eigarane fortener respekt fordi dei har bygt opp bedrifter ved å vere nøkterne og ha svært Når vi då veit at alternativet til det statsbudsjettet som er forhandla fram, eksempelvis er forslaget frå Arbeidarpartiet, med ei skatteskjerping på 14 mrd. kr, klarer dei aller, aller fleste å skjøne at det blir ikkje mange arbeidsplassar av slik tenking. Det er dette som er den viktigaste utfordringa framover: Vi er i ferd med å gå inn i ei ny tid, der Fastlands-Noreg i større og større grad må stå på eigne bein og byggje vidare på eit Velferds-Noreg gjennom nye arbeidsplassar – arbeidsplassar som vi i dag ikkje kjenner innhaldet i. Det klarer vi slett ikkje ved å ta ressursane frå dei som har vist at dei kan skape arbeidsplassar. Framleis er det slik at det er ikkje viktigast å ta del i fordelinga. Det viktigaste er å ha ein arbeidsplass. blå regjeringa, i lag med samarbeidspartnarane sine. Det er eg svært glad

Vi må skape før vi kan dele, og selv om en finansdebatt nesten må omtale milliarder, så handler dette først og fremst om mennesker. Det gode liv og samfunn skapes nedenfra, og Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre står i dag sammen om et budsjettforlik som bygger kunnskapssamfunnet, og som samtidig styrker norsk konkurransekraft. Skal Norge fortsatt være et av verdens beste land å bo i, er det viktig at vi som politikere gir trygge vilkår for framtiden som igjen kan gi oss trygge arbeidsplasser. Vi har en særnorsk kostnadsutfordring, som svekker norskeide arbeidsplasser i den internasjonale konkurransen. Samtidig bør vi gjøre det bedre i internasjonale kåringer av konkurransekraft, innovasjon og utdanning. Dette er utfordringer i dag, og de vil bli enda sterkere i takt med at vi i framtiden skal hevde oss i næringer hvor konkurransen er tøffere og behovet for fagkompetanse blir helt sentralt. Jeg vil derfor løfte fram yrkesfagene og de mange dyktige fagarbeiderne som skal ta norsk vekst videre. SSB har prognoser som viser at vi vil mangle om lag så mye som 134 000 relevante fagbrev i 2030. Denne utfordringen tar de borgerlige partiene på alvor. Bare på et drøyt år har vi styrket tilskuddet for å få lærlinger ut i bedrifter med 7 500 kr per kontrakt. Til sammenlikning var satsen nærmest uendret under de rød-grønnes prioriteringer, med et lite unntak for finanspakken i 2009. Man bør måles på hva man gjør i posisjon. Fra 2014 er praksisbrevordningen utvidet med 10 mill. kr, vekslingsmodellen med 5 mill. kr, hospiteringsordningen med 4 mill. kr, rekruttering av bedrifter med 20 mill. kr, yrkesretting av fellesfag med 12 mill. kr. Sistnevnte har for øvrig gitt 900 flere lærere med i ordningen som I tillegg satser vi nå 8 mill. kr til faglig nettverk for yrkesfaglærere mellom skoler og virksomheter, og på toppen kommer storsatsingen vår på etter- og videreutdanning av lærere. Tenk, vi har altså økt fra 1 500 i 2013 til over 5 000 lærere i 2015. La oss ikke glemme at vi også har økt fra 100 til 500 plasser innenfor rektorskolen. Mange har i dag framhevet at politikk er å prioritere, og jeg skal gi dem rett i det. De borgerlige partiene prioriterer det viktigste først – å styrke kunnskapssamfunnet og sikre norsk konkurransekraft. Apropos prioritering: Det synes for øvrig som om opposisjonen har utfordringer med å prioritere hva som er galt, for de sier at vi både tar Norge i feil retning, og at vi ikke gjør det raskt nok. Vi tar altså ikke Norge raskt nok i feil retning. Det er sent nå, men en ting har jeg lært. Finansdebatten kan være underholdende.

som har blitt arbeidt vidare med gjennom forhandlingar med samarbeidspartia. Prosessen rundt forhandlingane mellom desse fire partia har sikkert vore krevjande. Men vi har fått ein open og demokratisk debatt om eit av dei viktigaste styringsreiskapa i samfunnet, nemleg statsbudsjettet. Det tener både regjeringspartia og samarbeidspartia til ære. Det har sett ut som om både media og ein del parti faktisk har gløymt at vi no er tilbake til den mest vanlege og ordinære måten å handsame statsbudsjettet på, nemleg at ei mindretalsregjering skal forhandle i hamn eit statsbudsjett ho har lagt fram. Når regjeringa har lukkast med dette, er det ein siger både for regjeringspartia og for samarbeidspartia, og dei er også i fellesskap dei politiske vinnarane. Det må vi ikkje gløyme når dei ulike komiteane skal handsame budsjetta sine.

Eg set ekstra stor pris på dei omfattande satsingane på samferdsle med rekordstore løyvingar både til riksvegar og fylkesvegar og til vegvedlikehald. Ei omfattande satsing på tunnelsikring på fylkesvegane i lag med vidareføring av rentekompensasjonsordningar vil gje fylkespolitikarane, ikkje minst i mitt heimfylke, Sogn og Fjordane, langt betre moglegheit til å satse på samferdsle enn det den tidlegare raud-grøne regjeringa fekk til. Det vil merkast. I finansinnstillinga blei det også vist til at regjeringa ville kome tilbake med ei vurdering av ei ferjeavløysingsordning for fylkesvegane i kommuneproposisjonen 2016. Det vil bli ei svært viktig sak for mitt heimfylke, som i lag med mange andre fylke ønskjer å byggje faste vegsamband til erstatning for ferje. For mange småkraftutbyggarar er ei heving av innslagspunktet for heving av innslagspunktet for grunnrenteskatt frå 5 til 10 MW svært etterlengta. Det var ei viktig sak for Høgre og Framstegspartiet førre periode, og det var svært gledeleg å sjå at regjeringa innfrir dette punktet i regjeringserklæringa allereie i det første budsjettet som er laga. Dette budsjettet rustar Noreg for framtida, og det vil også vere eit godt utgangspunkt for det vidare arbeidet med dette budsjettet og for komande

Vi skulle gjerne ha fått til enda mer, men vi er glad for at vi i det budsjettforliket vi nå har fått, har vært med og flyttet regjeringens politikk mot sentrum. I budsjettet for kommende år har samarbeidspartiene bevilget 200 mill. kr til flere lærere i 1.–4. klasse. Det er en viktig innsats for satsing på tidlig innsats i skolen, slik at lærerne får mer tid til hver enkelt elev. Det vil gjøre det enklere å tilpasse undervisningen til elevenes behov, for det finnes nemlig svært god dokumentasjon på at større lærertetthet i de første årene på skolen kan være helt avgjørende for å kunne gi elevene hjelp som gjør at de i større grad kan løse sine problemer der og da, framfor å måtte slite med dem resten av skoletida. Det handler om å legge til rette for mestring og gode læringsopplevelser, og i det lange løp er jeg ikke i tvil om at dette vil bidra til færre drop-outs og at flere fullfører det tolvårige skoleløpet. På høyskole- og universitetssektoren er vi også svært glad for at det i budsjettforliket ble gjennomslag for 100 nye stipendiatstillinger. Studieavgiften for utenlandske studenter ble fjernet, og det bevilges penger til 500 flere studentboliger. At også de tre nye universitetene, i Stavanger, i Agder og i Nordland, i tillegg fikk 50 nye stipendiatstillinger til sammen, er en start på gjenopprettingen av det jeg vil kalle det skjeve forholdet som har vært når det gjelder tildeling av forskningsmidler mellom de nye og de etablerte universitetene. I Kristelig Folkeparti er vi også glad for at vi sammen med de tre andre samarbeidspartiene fant plass for et helt nytt tiltak mot mobbing, Snakk om mobbing, et nasjonalt lavterskeltilbud mot mobbing i regi av Blå Kors i Kristiansand. Folkeparti er tilfreds med at det også i kommende års budsjett settes av 5 mill. kr til kampen mot antisemittisme. Dette er midler som spesielt skal brukes til informasjon og undervisning av barn og ungdom. Undersøkelser Holocaust-senteret her i Oslo har utført blant skoleelever i denne landsdelen, kan fortelle at det ikke er noen grupper av barn i Norge som blir så sterkt diskriminert som jøder. Antisemittismen er på fremmarsj i store deler av Europa. Det er viktig å reagere og forebygge med målrettede tiltak som kan bidra til nødvendig kunnskap og gode

Det er et godt budsjett for Norge og et godt budsjett for Sørlandet. Satsing på vei har vært hovedsak nr. én på Sørlandet i en årrekke, og endelig har vi fått et taktskifte innenfor denne sektoren. Fire felts vei mellom Kristiansand og Stavanger er under planlegging. Satsingene er tilpasset norsk økonomi i dag, og starter en nødvendig omstilling for framtida. Vi vet at de økonomiske utsiktene framover er preget av lavere oljeinntekter, flere hjelpetrengende og færre yrkesaktive. Hovedsatsingene i budsjettet legger til rette for økt produktivitet og fortsatt vekst i norsk økonomi, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser og at velferden kan trygges. Arbeidet med å gjøre offentlig sektor mer effektiv er godt i Arbeidet med å skape et mer vekstfremmende og enklere skattesystem fortsetter. Det skal lønne seg å jobbe, spare, investere og opptre miljøvennlig. En slik skattepolitikk vil ha positive virkninger på verdiskaping og inntekt over tid. Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det forutsetter at vi har en skole der barna lærer mer og en universitets- og høyskolesektor med flere miljøer i verdensklasse. Dette budsjettet er et viktig skritt på veien mot kunnskapssamfunnet. Vi forbedrer velferden ved å skape pasientens helsetjeneste med økt kvalitet og redusert ventetid for behandling. Vi styrker det sosiale sikkerhetsnettet ved å prioritere rus og psykisk helse. Det viktigste bidraget til statens inntekter er skatteinntektene fra husholdninger og næringsliv. Det er viktig for regjeringen at skattebetalernes penger brukes på en mest mulig effektiv måte, og det er viktig å legge til rette for at næringslivet får rammebetingelser som gjør at de velger å satse i Norge. For at Norge skal fortsette å være et av verdens beste land å bo i, er det viktig at vi bruker de store pengene på de rette tingene og ruster landet for framtida. Jeg er

Budsjettet følger opp kampflyanskaffelsen og utviklingen av Joint Strike Missile med en tilleggsfinansiering, for å unngå at dette går ut over øvrige deler av Forsvaret. Økninger i forsvarsrammen styrker operativ aktivitet og beredskap i alle forsvarsgrener og i Heimevernet. Forsvarssektoren står Dette vil kreve vanskelige valg og prioriteringer i tiden framover. Ved regjeringsskiftet varslet forsvarsministeren åpenhet og ærlighet om utfordringene Forsvaret står overfor. Vi har med det fått en mer åpen debatt om vi har et forsvar med tilstrekkelig utholdenhet og dybde i strukturene – temaer som tidligere ikke har vært Dette danner også bakteppet for den fagmilitære utredningen forsvarssjefen i høst fikk i oppdrag å gjennomføre. Forsvarssjefens fagmilitære råd danner et viktig grunnlag for den neste langtidsplanen for forsvarssektoren, og den kommer i en periode der Norges sikkerhetspolitiske situasjon er endret. Selv om forsvarsbudsjettet i 2015 har en betydelig realøkning, er budsjettet samtidig preget av nøkternhet og klare prioriteringer. Jeg vil berømme forsvarsministerens åpenhet også når det gjelder regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Den innebærer et økt effektiviseringskrav som er krevende for forsvarssektoren. Det er viktig at vi får en reell balanse mellom forsvarssektorens bevilgninger, struktur og oppgaver når vanskelige og krevende prioriteringer vil måtte gjøres for framtiden. Jeg vil også ta opp regjeringens nordområdesatsing. Regjeringen foreslår nordområdetiltak for nesten 3 mrd. kr i statsbudsjettet for 2015. Dette er en økning på godt over en halv milliard. Det er menneskene i nord som best ser mulighetene, som har kunnskapen, Det er blitt utviklet gode kunnskapsmiljøer, og med regjeringens satsing er tiden kommet for videreutvikling – og å gjøre det enklere for folk å skape nye

Få politiske påstander har blitt kraftigere tilbakevist i den offentlige debatten de siste årene enn Høyres retorikk rundt formuesskatten. Nå er det en ny grunn til at vi skal kutte i den, og det er Høyres bekymring for det statlige eierskapet, det norske eierskapet og det lokale eierskapet. Man kan ikke samtidig som man argumenterer med hvor viktig det er med norsk eierskap til produksjon i Norge, ha en finanspolitisk talsperson som argumenterer for å flytte produksjonen ut av Norge. Og man kan i hvert fall ikke belære andre partier i viktigheten av norsk eierskap samtidig som man selv i statsbudsjettet vi diskuterer, forbereder tidenes nedsalg av norsk eierskap. Det har vært mye snakk om hva som er historisk i dette statsbudsjettet. Det er historiske løft for det ene og det andre – og så kan vi diskutere om det egentlig er så veldig store og veldig historiske løft – men én ting som er historisk

Fremskrittspartiet har også argumentert heftig for formuesskatten i dag, men av en litt annen grunn, og det er fordi Fremskrittspartiet kanskje for første gang noen sinne i en budsjettdebatt i Stortinget knapt har tatt i bruk ordet «folk flest». Hver gang Fremskrittspartiet har blitt spurt om noe som er knyttet til «folk flest» i dagens debatt, kommer det svar som høres ut som om de kommer fra markedsavdelingen i en multinasjonal bank. Det kommer noen refleksjoner rundt makrobildet og hvor ille formuesskatten er for eierklassen. Jeg tror ikke det var det Fremskrittspartiets velgere hadde i tankene da de stemte Jeg tror f.eks. det er derfor vi i kveld har fått en meningsmåling som viser rent flertall for Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Det var nok ikke det finansminister Siv Jensen hadde i tankene da hun la fram sitt statsbudsjett, men jeg tror det er det man får når man til de grader snakker overklassens interesser på tross av dine egne velgeres interesser. Det er

på hva som er og fortjener betegnelsen «historisk». La oss f.eks. ta røykeloven til den forrige borgerlige regjeringen, eller oppslutningen til den forrige borgerlige regjeringen da den gikk av. Den var jo historisk på sitt vis. Likestilling av kjærlighet: Mot konservativ moralisme seiret vi med felles ekteskapslov. Barnehageplass til alle, et løft for familiene, likestilling mellom menn og kvinner var et viktig skritt for å gi flere barn noen å leke med. Likevel har man litt rett, for noe er faktisk historisk, og det er Fremskrittspartiets første håndlagede statsbudsjett og førstefødte avgiftsbarn, plastposeavgiften, innført av Fremskrittspartiet, tidligere Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Men frykt ikke! Det er fortsatt tid til faktisk å gjøre seg historisk, og hvis dere virkelig står på, er det fortsatt en mulighet til å slå forrige borgerlige regjerings popularitet. La meg få lov til å gratulere regjeringen og ønske dem riktig lykke til!

Forslag og innspill har blitt diskutert i det offentlige rom før budsjettet endelig blir vedtatt. Det har resultert i at makten er tilbake i Stortinget, der den hører hjemme, og ikke i de lukkede rom, hvor kun LO og de rød-grønne vennene har adgang. Budsjettavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre er et resultat av en god demokratisk prosess. Alle de fire partiene har fått sette sitt preg på budsjettet og kjenner igjen sine egne partipolitiske Regjeringen er opptatt av at alle som har arbeidsevne og arbeidslyst, skal komme i arbeid. Det skal lønne seg å jobbe. Derfor ligger det en strategi for en slik utvikling i dette budsjettet. Da vi behandlet stortingsmeldingen Frihet og likeverd tidligere i år, var dette med arbeid et av de viktige temaene. Det er dessverre slik at fortsatt blir noen unge med funksjonsnedsettelse tilbudt uføretrygd i 18-årspresang fra Nav. Det kan vi ikke være bekjent av. Alt må prøves ut først. Det må satses mer på tilrettelegging, oppfølging og et tett samarbeid med arbeidsgivere, slik at de tør å ansette personer med funksjonsnedsettelse. I budsjettforliket med Kristelig Folkeparti og Venstre ble rammen på arbeidsmarkedstiltak styrket med 75,8 mill. kr, noe som gir 500 flere plasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 200 flere plasser med varig tilrettelagt arbeid. I dette budsjettet er det lagt inn mer midler til tolketjeneste, og ordningen med funksjonsassistanse er styrket, slik at flere kan tas inn i den ordningen. Utvikling av talegjenkjenningsprogram på norsk har endelig fått en bevilgning, på 13 mill. kr. Disse styrkingene bidrar til at flere kan komme i jobb. Det er viktig både med tanke på inntekt og med tanke på nettverk og sosial arena. I arbeidet med å få flere mennesker i jobb trenger vi ikke bare god politikk, men også et arbeidsliv der man har fokus på hva hver enkelt kan bidra med, og ikke ser seg blind på begrensningene. Statsministeren hadde nok dette i tankene da hun i nyttårstalen oppfordret arbeidsgivere og næringsliv til sosialt medansvar ved å ansette flere folk med hull i CV-en. Det handler om å prøve ut nye systemer, legge til rette for et mer fleksibelt arbeidsliv, se det enkelte mennesket og ikke la systemene stå i veien for de gode løsningene. Og kanskje bør vi politikere på tvers av de politiske skillelinjene bli flinkere til å la noen prinsipper ligge og heller slippe til gode ideer og krefter i arbeidet med å inkludere flest mulig i arbeidslivet.

Sjukehusøkonomien vert dermed endå lenger unna det som Høgre lova i valkampen. Høge effektivitetskrav kombinert med stor sentraliseringsiver og lite politisk styring vil gjera at tendensen med nedlagde akuttmottak i Distrikts-Noreg vil fortsetja. Budsjettavtalen i Stortinget viser helseprioriteringane til dei fire partia. Pasientbehandling og beredskap er

med den blå-blå regjeringas helsesatsing, har i budsjettavtalen rett nok fått pengar til nokon viktige helsefelt, men det endrar ikkje på retninga. Når eldreomsorg i Noreg i dag er slik at ein bryt menneskerettar, er ikkje løysinga å visa til at dei eldre sjuke skal få verta «shopparar» av helsetenester og omsorg i ein privat marknad. Regjeringa seier at dei skal utvikla pasientanes helseteneste. Det er feil. Regjeringa skal utvikla dei ressurssterke pasientanes helseteneste. I budsjettet vert det sett av pengar til ordninga fritt behandlingsval. Forslaget er møtt med stor motstand. Av mange negative høyringsinstansar er Norsk Sykepleierforbund. Dei meiner at fritt behandlingsval vil endra prioriteringa i helsevesenet ved å dreia ressursbruken og behandlinga over mot behandling av lettare lidingar og vekk frå pasientar med langvarig og samansette behov. Dei fryktar at offentlege sjukehus vert tappa for naudsynt kompetanse, og at utdanningssektoren vil få problem med å leggja til rette for nødvendig praksis i ei stadig meir oppsplitta teneste. Dei fryktar at forslaget vil kunna endra sjukehusstruktur og -tilbod og bidra til sentralisering av akuttberedskap. Norsk Sykepleierforbund skriv at fritt behandlingsval vil inneberae eit omfang av privat kommersiell tenesteyting som ein ikkje har sett i norsk helseteneste før.

Likevel la de altså ikke fram det budsjettet de i fullt alvor mente er det beste for landet. Jeg er glad for at til og med regjeringspartiene i dag er klare på at Venstre og Kristelig Folkeparti har fått et budsjett som gikk i feil retning, på en litt bedre kurs. Jeg vil si noen ord om ett av de punktene der regjeringa forsøkte å ta Norge i feil retning, og et område som betyr enormt mye for veldig mange: frivillig sektor. frivillig sektor. Frivillig sektor har vært viktig for Norge i hele etterkrigstida, den har vært en viktig bidragsyter i utviklinga av landet vårt, og mange har gjort vårt samfunn både rikere og varmere. Den er et godt supplement til offentlige tilbud, den er innovativ og har viktige stemmer i samfunnsdebatten. Derfor støtter Arbeiderpartiet opp om frivilligheten, og fram til regjeringas forslag til statsbudsjett ble lagt fram, trodde jeg at frivilligheten også var viktig for Jeg har for lengst kommet ut av tellinga over hvor mange ganger statsministeren og andre fra den blå-blå regjeringa har snakket om hvor viktig frivilligheten er. Men én ting er hva de sier, noe helt annet er hva de faktisk gjør. Regjeringa foreslår en rekke kutt i frivillig sektor. Et av de groveste var å kutte 40 mill. kr hos studieforbundene, helt uten videre forklaring i proposisjonen. I ettertid har vi fått høre at store kutt skulle sikre frivillig sektor uavhengighet og troverdighet. De blå-blå mener altså at de 470 medlemsorganisasjonene i studieforbundene og voksenopplæringa i dag ikke er uavhengige, og de er heller ikke troverdige. Her lever vi tydeligvis på forskjellige planeter, for dette gir ikke mening, heller ikke hvordan store og ødeleggende kutt skulle bidra til å nå målet. Her snakker vi om landets frivillige kultur- og amatørteatermiljø, ungdomslag, teatergrupper, fritidsklubber, kor, korps, dans – og der er også de funksjonshemmedes studieforbund med. Og dette er bare noen av dem. Vi snakker om tilbud som 500 000 nordmenn har bruk for og glede av i året, dvs. 10 pst. av Norges befolkning. Regjeringa sa at den skulle ta landet i en annen retning. Den innfrir. Det har frivilligheten fått merke. Jeg og alle andre som er opptatt av frivilligheten, har all grunn til å sende en stor og varm takk til Venstre og Kristelig Folkeparti som har klart å forhindre mange av de verste kuttene. Dessverre er det fremdeles en del som

For inneværende år i budsjettet for 2014 er det gjennomført store kutt i de distriktspolitiske virkemidlene, og kuttet forsterkes for neste år. Midler til regional utvikling gjennom fylkeskommunen er kuttet med 450 mill. kr over to år. I tillegg kommer kutt til reiselivssatsing, fiskeri, landbruk, bredbånd og Innovasjon Norge, bare for å nevne noen. Kuttet begrunnes med økt satsing på samferdsel, men følges ikke opp med tilstrekkelige bevilgninger. Senterpartiet har lagt inn 400 mill. kr i økte bevilgninger til investering og vedlikehold av fylkesveiene. Et av de mest dramatiske kuttene er kuttet på en tredjepart av samlede bevilgninger til regional utvikling i forhold til nivået fra den gangen Senterpartiet satt i regjering. Innovasjon Norge samarbeider med fylkene om regionale utviklingstiltak og forvalter ca. halvparten av bevilgningene. I budsjettomtalen vises det til at Innovasjon Norges låne- og garantiordning er evaluert. Evalueringen viser at de distriktsrettede lavrisikolånene er samfunnsøkonomisk lønnsomme og spiller en viktig rolle i regioner med et mangelfullt tilbud fra lokale og regionale banker. På tross av regjeringens positive omtale av fylkenes arbeid med regional utvikling kuttes det dramatisk. Kuttes det fordi regjeringen ikke ønsker å gi næringssvake områder vekstkraft og utvikling, eller er det slik at avfolkning av distriktskommunene er målet? Det vil i alle fall bli konsekvensen. Senterpartiet foreslår 600 mill. kr ekstra til tilskudd til fylkeskommunene til regional utvikling. Regjeringen har også satset på en sentraliserende omfordeling av kommunesektorens rammer. I 2015 kommer virkningen av nye nøkler for fordeling av bevilgninger til fylkeskommunene. Sogn og Fjordane og Nordland taper mer enn 200 mill. kr hver over fem år. Senterpartiet legger inn ekstra midler til tapskompensasjon.

Korrigering av disse kommunenes inntektsrammer må skje gjennom skjønnsmidler, og da på en måte som gjør at kommunen får beholde en vesentlig del av effekten av redusert arbeidsgiveravgift. I enkelte av disse kommunene blir det sågar trukket dobbelt, både gjennom trekk i rammer og gjennom skjønnsmidler. Jeg trodde først det var et arbeidsuhell, men siden kommunalministeren ikke ville svare på dette i dag, begynner jeg nå å tvile.

presidenten, med på å synge Jon Blund-sangen som en del av feiringen av denne. Det er mange grunner til å rette oppmerksomheten mot barns rettigheter: Barn er prisgitt oss voksne for å få gjennom sine rettigheter, barndommen går så altfor fort, og en barndom uten kjærlighet setter vonde og vanskelige spor også inn i voksenverdenen. Derfor er jeg spesielt glad for at det satses på å forebygge. Det koster for mye for menneskene det gjelder – men også for samfunnet vårt – å drive kun med reparasjon. Det er bra at det forebyggende arbeidet ved familievernkontorene styrkes betraktelig. Dette kommer på toppen av satsingen i 2014. Aldri før har det altså vært satset mer på familievernet i Norge. Familievernkontorene våre gjør et godt forebyggende arbeid, f.eks. i samlivskonflikter. Spesielt viktig er det i arbeid med barnefamilier hvor det er vold og høyt konfliktnivå. Vold i hjemmet er skadelig for barn, enten de blir utsatt for vold, eller blir vitne til vold. Familievernet bidrar til å hindre at skadelig adferd får utvikle seg, og forebygger derfor på en rekke samfunnsområder, som vold, rus og psykiatri. Det utenkelige skjer med barn, selv om vi ikke ønsker å tenke på det. Et viktig tiltak er derfor etablering av den nye tilskuddsordningen på 11,5 mill. kr for etablering og drift av tiltak som kan øke livskvaliteten for barn som har blitt utsatt for vold. Det er særlig viktig at disse barna opplever økt mestring i hverdagen og får muligheten til å bearbeide sine opplevelser. Et godt og kompetent barnevern er viktig for barns rettigheter, derfor styrkes også dette i budsjettet. I tillegg har vi satt i gang en gjennomgang av fosterhjemsomsorgen, satt ned et nytt lovutvalg som skal se på barnevernsloven – herunder om denne skal rettighetsfestes – og startet en omorganisering av barnevernet for å skape et enda bedre barnevern, også for framtidens generasjoner. Dette budsjettet løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for framtiden. Dette er viktig, for vi skal ikke bare vedta et budsjett for dagen i dag, vi skal også skape en framtid hvor våre barn og barnebarns rettigheter blir ivaretatt.

15 mill. kr til oppfølging av SHoT-undersøkelsen, og 1 000 flere studentboliger. Så er det jo sånn at vi ikke får gjennomslag for alt i forhandlingene med regjeringspartiene. Men forliket innebærer et godt kunnskapsbudsjett, og spesielt godt fornøyd er jeg med at vi har fått på plass 100 nye stipendiatstillinger, hvor 50 av disse skal gå til UiS, UiA og UiN. Dette er sårt tiltrengte rekrutteringsstillinger og vil bidra til et skikkelig løft for disse universitetene. Spesielt viktig er dette grepet ettersom de tre universitetene helt fra starten av har hatt en lavere finansiering enn de etablerte universitetene, og etter at regjeringen la fram sitt budsjettforslag med en elitesatsing der disse universitetene ikke er inkludert. Jeg er også glad for at vi har fått på plass 500 nye studentboliger i forliket med regjeringspartiene. Det er etterspurt blant samskipnadene, og man er helt avhengig av å få flere studentboliger, spesielt i pressområdene, hvis studentene skal ha en rimelig og god plass å bo. Det er to veldig viktige gjennomslag som jeg vil nevne spesielt. For det første gjelder dette studieavgift for utenlandske studenter og det foreslåtte kuttet på 80,5

og for det andre ser vi at på sikt åpnes det også for å ta skolepenger fra nasjonale studenter. Med budsjettforliket som nå ligger på bordet, holder vi denne døren lukket, og jeg forventer at det er gratisprinsippet som nå ligger til grunn resten av perioden. Det andre jeg vil trekke fram, er reverseringen av kuttet til studieforbundene. Studieforbundene representerer et mangfold av tilbud – alt fra bunadsbrodering til sang for ungdom med Downs syndrom. syndrom. Det at disse tilbudene kan opprettholdes, betyr uendelig mye for enkelte av dem som benytter seg av de tilbudene, og det betyr mye for oss som samfunn. Studieforbundene representerer et bredt syn på kunnskap, og det har stor betydning – både for den enkelte og for oss som samfunn – at vi fortsatt kan brodere her i landet, at vi kan synge, at blinde kan sminke seg, selv om det ikke medfører studiepoeng. Så jeg er veldig glad for at vi fikk reversert det.

stede. Denne verdisaken har høy prioritet i vårt eget budsjettforslag. Mange småbarnsforeldre ønsker mer tid med egne barn og kjenner på en tidsklemme mellom arbeidsliv og familieliv. For Kristelig Folkeparti var det derfor viktig å ha hverdagsopplevelsen til familier av ulike slag i tankene i forhandlingene med Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. Kristelig Folkeparti vil styrke valgfriheten gjennom konkrete tiltak, både økonomiske og kapasitetsmessige, men også tiltak med tilrettelagt sosial profil for familier som trenger det. Dette vil styrke den humane kapital i Norge for framtiden og har kun positive sider. Budsjettforliket viderefører kontantstøtten for ettåringer, som vi fikk økt allerede fra 2014, og i tillegg ber vi regjeringen om å gjøre den enda mer fleksibel og relevant for flere. Folkeparti har fått gjennomslag for 3 400 nye barnehageplasser i 2015, noe som vil redusere køene. Kristelig Folkeparti har sammen med Venstre fått inn et tillegg på 51 mill. kr, som gjør at alle 4- og 5-åringer med foreldre med lave inntekter får 20 timer gratis kjernetid i uken. Engangsstønaden i budsjettforliket er økt til 44 190 kr. Regjeringens opprinnelige forslag til nytt inntektskrav gjennomføres ikke. Regjeringens forslag om kutt i barnetillegget for uføre kunne ha rammet hardt, men Kristelig Folkeparti er glad for at vi har bidratt til å fjerne det. I budsjettet styrker vi også ferietilbudet til Røde Kors med 2 mill. kr – til uvurderlig glede for mange barn. I budsjettforliket styrkes det statlige og kirkelige familievernet. Det får til sammen 50 mill. kr, som gir nye muligheter for forebyggende arbeid. Det kommunale barnevernet økes med 30 foreldre og barn-sentre får 35 mill. kr, noe som redder fem ideelle foreldre og barn-sentre fra nedleggelse. I tillegg kommer 5 mill. kr til rekruttering av fosterhjem innenfor barnevernet. Adopsjonsstøtten knyttes nå til 1 G, noe som gjør beløpet forutsigbart og kostnadsjustert. Nå burde jeg hatt tid til å nevne Kristelig Folkepartis storsatsing for tidlig innsats i grunnskolen, men det har jeg ikke tid til. Et samfunn som er bra for barna, er et samfunn som er bra for alle. Kristelig Folkepartis fremste mål er derfor et barnevennlig samfunn. Dette gjør seg utslag i en familievennlig ideologi. Derfor vil vi i Kristelig Folkeparti fortsette en målrettet politikk på dette området. Dette budsjettet er et nytt og tydelig steg i

sitt storforbruk av fossil energi vil neppe stå fram som rettferdig for ungane til våre born. Og for dei fattigaste landa, som knapt har bidrege til klimaendringane, må det vera bittert å vita at andre land har sleppt ut store mengder klimagassar i fleire hundre år. Hovudårsaka til klimaendringane er bruken av fossilt brennstoff. For Noreg betyr det meir enn omlegging til elbil. Det betyr at vi må bremsa offshorenæringa og redusera utvinningstempoet for olje og gass. Vi må lata ressursar bli liggjande. I Noreg kan denne omstillinga – dette grøne skiftet – skje utan massearbeidsløyse dersom vi kombinerer våre finansielle musklar med den kunnskapen som finst i norsk næringsliv mellom fagarbeidarar og ingeniørar og andre yrkesgrupper som har tillit til kvarandre. Då kan vi byggja havvindmøller på fleire verft enn dei som vi byggjer på i dag. Det kan vi gjera i staden for jacketar til boreriggar. Det er ikkje skjebnen som har skapt ein nasjon med meir økonomisk handlingsrom og større sjølvråderett enn dei fleste andre land har. Det er gjentekne folkerørsler som har bygd landet – fiskarar og bønder i lag med samfunnsansvarlege verksemder og organiserte arbeidsfolk i bygd og by i ein dugnad. Vi har sikra offentleg eige av vitale samfunnsinteresser og ressursar og skapt den norske modellen, der plikt og rettar blir fordelte solidarisk. Denne modellen er alvorleg truga no, og SV deler ikkje regjeringas sterke tru på marknadsliberalismen. SV vil både dela og skapa. SV vil ha trygge tilsette i faste stillingar som ved hjelp av eit sterkt statleg engasjement og næringsliv med visjonar kan utvikla klimaarbeidsplassar med spesiell vekt på fornybar energi, transport og bygg. SV vil byggja Noreg grønt. Regjeringas klimasatsing er på 4 mrd. kr. Sosialistisk Venstreparti foreslår nesten 6 mrd. kr i auka løyvingar til klimaformål, i tillegg til miljøvennlege endringar i skatte- og avgiftspolitikken. Vi meiner Noreg har eit stort klimaansvar fordi vi er eit rikt og ressurssterkt land som har høge klimautslepp per innbyggjar. Det er forstemmande å sjå at regjeringas forslag til statsbudsjett er blotta for store miljøsatsingar, og at regjeringa har trygg styring mot å bryta klimamåla for 2020. Dette skuldar vi barnebarna våre, dette skuldar vi dei fattige folka i dei fattige landa. Vi kan om vi vil.
Rasmus Hansson

og en etablert standard blant både aksjeeiere og andre deler av næringslivet at bærekraftindikatorer inngår i årsrapportering og planlegging. Miljøpartiet De Grønne har lagt fram et Dokument 8-forslag sammen med Arbeiderpartiet om å videreutvikle bærekraftindikatorene. På grunn av det kommer vi til å stemme mot budsjettforlikets forslag om å videreutvikle omtalen av bærekraftig utvikling i nasjonalbudsjettet, fordi man her har tatt med en frekkis om «grønn vekst». Denne «grønne veksten» er slett ikke nødvendigvis noe premiss som ivaretar de hensynene som bærekraftindikatorer skal ivareta, og vi går altså inn for et annet forslag. Senterpartiet har lagt fram et forslag om å be regjeringen innenfor kvoten for mottak av flyktninger prioritere hardt skadde flyktninger. Miljøpartiet De Grønnes primære ønske er å prioritere både hardt skadde flyktninger og flyktninger med et særlig sikkerhetsbehov, som vi som et av verdens rikeste land burde ha anledning til, men inntil videre støtter vi Senterpartiets forslag. Samarbeidspartiene har foreslått å be regjeringen utrede en modell for formuesskatt der arbeidende kapital fritas for beskatning. Miljøpartiet De Grønne har arbeidet med et tilsvarende forslag, fordi vi erkjenner at formuesskatten kan slå uheldig ut, og det er behov for å utrede en mulighet for en løsning. Vi kommer derfor til å støtte samarbeidspartienes forslag på dette området. området. Endelig har SV foreslått å be regjeringen gjenopprette Direktoratet for forvaltning og IKTs avdeling for miljøretting av offentlige innkjøp. Dette tilsvarer et forslag som Miljøpartiet De Grønne har i sitt alternative statsbudsjett, og vi kommer derfor til å stemme for SVs forslag.

men jeg blir rett og slett litt lei meg når jeg ser hvor mye oppmerksomhet noe får, og hvor lite oppmerksomhet de kanskje viktigste sakene får, men sånn kan vi ikke styre debatten. Representanten Aasrud prøvde febrilsk å få kultur til å bli den store kampsaken. Jeg har for så vidt samme ønske, for jeg synes det er spennende å diskutere det. Hun fikk liten respons. Det er ikke så rart, for det vi diskuterer her i dag, er gjerne det som ikke er bra i budsjettet, og kulturbudsjettet er blitt særdeles godt, så da er det ikke så mye å diskutere. Likevel registrerte jeg en viss kritikk. Det er litt rart, for Arbeiderpartiet, som år etter år har vært mest opptatt av å fortelle hvor mye penger de bruker i budsjettet, og at økt pengebruk gjør alt veldig mye bedre i kultursektoren, kultursektoren, er altså ikke veldig fornøyd når det nå er brukt så mye penger som det aldri før har vært gjort, på kulturbudsjettet. Så hvis det er samme målestokk som fortsatt skal gjelde, er det i hvert fall et særdeles godt budsjett. Det er også et budsjett der man tør å gjøre valg innenfor kultursektoren, der man tør å målrette innsatsen, og der man tør å utløse tilleggsbidrag fra andre enn de offentlige. offentlige. Det gjør at vi beskyldes for at det er Markeds-Høyre som har vunnet over Kultur-Høyre. Nei, det er rett og slett Kultur-Høyre som er opptatt av å sikre gode rammevilkår for kulturen, for kvalitet i kulturen. Da er det viktig at vi tar med oss alle bidrag, og spesielt de som kommer i tillegg til de offentlige midlene. Regjeringen fullfører den planlagte endringen i tippenøkkelen.

er kuttet i momskompensasjonen til idrettsanlegg, og det ble gjort av den forrige regjeringen på vei ut av kontorene. Dette budsjettet gir nye muligheter for mange. Det gir unge talenter, uansett bakgrunn, en økt mulighet til å utvikle sitt talent. Det er vi stolte av.

– kanskje det aller viktigste – endelig ble det virkelig fokusert både på å styrke arbeidslinjen og på å få folk i jobb. Selv etter de knallharde forhandlingene med Venstre og Kristelig Folkeparti ble budsjettet bra. Jeg må innrømme at noe dessverre har blitt dårligere, men noe har også blitt bedre, så totaliteten i budsjettet er uansett bra. Og det kanskje aller viktigste er at profilen, retningen og kursendringen

profil. For å knytte regioner sammen, for å styrke næringslivet, for å redusere reisetid og antall ulykker har neste års statsbudsjett et massivt løft på samferdsel. Likevel har det i dag blitt hevdet i denne sal at det store skiftet på samferdsel ikke kom med dette budsjettet, men at det kom i NTP. Det er riktig at det er et greit ambisjonsnivå i NTP, men det er feil å si at det er NTP i seg selv som er et skifte. NTP viser bare planer og ambisjoner, og dessverre har ingen tidligere regjering klart å innfri de planene som har ligget i NTP-ene. Følgelig er statsbudsjettet og regjeringens gjennomføringsevne det som er avgjørende. har ikke bare ambisjoner om å oppfylle planene i NTP, den ønsker å overoppfylle NTP-planene ved å bygge mer vei og mer bane enn det som ligger inne i dagens NTP. Bare for å ta jernbane som et eksempel: Der gjennomføres nå den største satsingen i Norge siden slutten av 1800-tallet. Jeg må for øvrig si at jeg er litt skuffet og litt forundret over den enkle og nærmest klisjéaktige retorikken om å gi skattelette til de rike. Det er en retorikk som gjentas og gjentas nærmest til det kjedsommelige av alle dem som ikke ønsker regjeringen vel. Da tenker jeg litt på den såkalte dødsskatten, dvs. arveavgiften, som Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen fjernet i årets statsbudsjett, men jeg tenker mest på reduksjonene som gjøres i formuesskatten i neste års budsjett. Jeg har lyst til å minne om at i

regjeringa sliter for å få endene til å møtes. Det er mer oljepengebruk enn noen gang, kutt av usosial karakter for å finansiere skattekuttet, eller den forutsetning at den enkelte skal betale mer selv, f.eks. innenfor kultur. Det finnes ingen gratis lunsj i økonomien. Det er noen som har fått Nobelprisen for å vise til akkurat det. Den økonomiske teorien som høyrepartiene i Norge og i hele Europa slår om seg med, er jo fullstendig mislykket. Den fører bare til forskjeller. Men de vil ikke høre. Og hvorfor vil de ikke det? Nei, for det andre mantraet er selvfølgelig: Da skal det bli mer effektivt, da. Nå er det dokumentert i hele den internasjonale økonomi at hvis man privatiserer, blir velferdstjenestene stort sett 20 pst. dyrere enn de er i Norge. Det burde i hvert fall være slik at liberalister i høyrepartiene var interessert i å gjennomføre en samfunnsøkonomi som i det minste er effektiv for økonomien. Men heller ikke det øret vil de høre på. på. Vi vet hva disse tingene fører til på sikt. På sikt fører det til en svakere stat og et svakere fellesskap, og det fører til ineffektivitet i økonomien. Men de prøver å gå forbi denne diskusjonen hele tiden, til tross for at det er så åpenbart at det er slik som det er. Dette viser framfor alt at har kollapset i møtet med virkeligheten. Jeg vil ikke unnlate å si – ikke unnlate, fordi det har irritert meg i månedsvis – at den nåværende finanspolitiske talsmann for Fremskrittspartiet sto her på talerstolen og harselerte over Arbeiderpartiets forhold til handlingsregelen, og sammenlignet den med trosbekjennelsen. Han gjorde det, og han ble applaudert, la jeg merke til, av sine meningsfeller. Nå står han der, er nødt til å følge handlingsregelen og står her på talerstolen i dag og snakker pent om den. Mer kollaps kan ikke bli demonstrert fra høyresida i norsk politikk på mange år.

er arbeiderpartirepresentantenes offensiv mot Høyre–Fremskrittspartiregjeringens utdanningsbudsjett, som også ble ytterligere styrket etter forliket med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det er kanskje verdt å minne om at i 2012 sendte Forskningsrådet ut en pressemelding om Arbeiderpartiets forskningsbudsjett, hvor det sto Fra hvileskjær til havari. I 2014 – altså denne høsten – sendte det samme forskningsrådet ut Et sterkt forskningsbudsjett. Jeg lytter mye heller til Forskningsrådet enn jeg gjør til den lystige gjengen i Arbeiderpartiet. Men det er jo mange som også har lyttet til Arbeiderpartiet. Derfor er det verdt å minne om at en del ting som Arbeiderpartiet har sagt, også har blitt skrevet ned f.eks. da Trond Giske, nåværende leder av utdanningskomiteen, var næringsminister og sa til Dagens Næringsliv den 6. januar 2011: «Vi kan ikke leve i lengden med at penger investert i bedrifter skattes som formue på en tøffere måte enn penger plassert i eiendomsmasse.» Hans konklusjon var å fjerne formuesskatten. I sitt alternative budsjett i år øker Arbeiderpartiet skatten med Finanspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Marianne Marthinsen, ble i VG den 18. juli 2013 spurt om hva hun syntes om at Høyre og Fremskrittspartiet gikk til valg på å fjerne arveavgiften. Hun sa: «Det avtegner seg et tydelig bilde av at Høyre ikke bryr seg om fordelingspolitikk.» Vi vil beholde arveavgiften, sa hun. Nå hadde hun sjansen. Hun legger frem et alternativt budsjett som ville vært det som ble vedtatt hvis Arbeiderpartiet hadde rent flertall i denne sal. Hun turte Så kan man kanskje si at jo, men dette var jo Arbeiderpartiet i regjering, det er noe annet i opposisjon, det er lettere da å si hva man faktisk vil, uten å måtte forhandle med alle. Ja vel. Da kan vi jo se på hva Helga Pedersen, Arbeiderpartiets nestleder, sa den 22. april i år, da hun på vegne av Arbeiderpartiet lovet å gjeninnføre kulturskoletimen i skolen. Da vi satt i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og fikk tildelt Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett,

15 år senere. Da som nå handler det om penger – om hvem som bevilger mest. Den politiske debatten er redusert til «Vi bevilget det» og «Ja, men vi bevilger det». Og det er vel grunnen til, regner jeg med, at Arbeiderpartiet ville vente så lenge som mulig med å legge fram sitt alternativ, sånn at de kunne se akkurat hvor de hadde lyst til plusse lite grann på, sånn at de kunne si: Ja, men vi bevilger jo det. På noen politiske områder er det helt naturlig at det er sånn. Det kan f.eks. være på etter- og videreutdanning av lærere og på prioritering av rus og psykiatri i helsevesenet. Derfor kommer også jeg til å fortsette å argumentere sånn på relevante områder. Men jeg synes at den spiralen vi er inne i i norsk politisk debatt, er ubehagelig. Den har ingen grenser. Til slutt er det ikke lenger mulig å drive overbud. Vi vet hvor det bærer. Perspektivmeldingen er helt klar, og da må vi bruke gode tider til å gjøre noen endringer. Det vil ikke venstrepartiene være med på. Representanten Kolberg sa i sitt innlegg at partiene på høyresiden i Norge ikke lytter. Nei vel, vi følger vel bare og står for det økonomiske systemet som har bidratt til vekst, og som har løftet flest folk ut av fattigdom gjennom menneskehetens historie, men ok: Vi kan la empirien ligge. Han mener at vi ikke lytter – samtidig som han, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet regelrett ignorerer en melding de selv la fram. Der kommer det helt klart fram at arbeid er nøkkelen til framtidens velferd, at arbeidslinjen må styrkes, og at vi er nødt til å gjøre noen prioriteringer som kan være vonde å gjøre som kan være vonde å stå i, men som likevel er nødvendige for at vi skal kunne bevare velferdsstaten i framtiden. Jeg hadde forventet mer enn opportunisme fra Arbeiderpartiet i disse politiske

Få politiske initiativ har blitt så kraftig nedsabla som det som handlar om at kutt i eigarane sine formuar skapar store verdiar i bedriftene – også i Nord-Noreg. Skjøner Bakke-Jensen at landsdelen han representerer, utgjer ein tredjedel av Noreg sitt landareal, 9,5 pst. av innbyggjarane, men berre 4 pst. av landet sine formuar? Skjøner Bakke-Jensen at regjeringa sine massive kutt i regionale i marint verdiskapingsprogram, at såkornfond ikkje blir noko av, at reduserte investeringar i nye nordnorske næringsidear, at regjeringas kommunemodell, som rammar nordnorske kommunar og nullar ut regjeringa si samferdselssatsing, og at regjeringa si svekking av leveringsforpliktingar og liberalisering av kvotesystemet direkte svekkjer nordnorsk næringsliv si moglegheit til utvikling? Neppe. I Nord-Noreg er det ein konsensus om – for å kalle det det – ei forståing av at dette er utfordringa. Skal dei store moglegheitene i den nordnorske landsdelen bli realiserte på nordnorske premissar, treng landsdelen kapital, kompetanse, infrastruktur og arbeidskraft. Ikkje på nokre av desse områda leverer regjeringa. I staden nedsablar dei alle desse satsingane som er i landsdelen. Dermed står vi i fare for at det er andre dei med kapital, som er utanfor landsdelen – som set premissane for landsdelen si utvikling, og at nordlendingane blir sette på sidelinja når det gjeld si eiga framtid. Eg er ikkje redd for andre sin kapital, men det må vere ein miks, sånn at nordlendingane ikkje blir fullstendig sette på sidelinja. Difor reagerte eg kraftig på at Hurtigruten blir selt til City of London, og at Cermaq blir selt til Mitsubishi. Sånne ting har Høgre, i si misforståing av betydinga av formuesskatten, gråte krokodilletårar for norsk eigarskap. Kvifor er nordnorsk eigarskap så annleis? I SV sitt alternative budsjett føreslår vi å opprette eit nordnorsk investeringsfond som skal styrkje nordnorsk eigarskap. Vi føreslår å auke dei regionale utviklingsmidlane betrakteleg, og vi føreslår ei stor satsing på kompetansebygging. Kontrasten er stor til Bakke-Jensen si regjering. Han står fram som ein sann idealist, som gir heilt ny meining til fråsegna til den folkekjære, nordnorske filosofen Peter Wessel Zapffe: «Verdiene gror i forsakelsens jord.»

For Høgre er det viktig at me skapar verdiar før dei vert fordelte. For nokre er det lett å få sympati med Arbeidarpartiet sin billege retorikk, at ein tek frå dei fattige og gjev til dei rike, når regjeringa no tek grep for å vri pengebruken og styrkja konkurransekrafta. Me høyrde her i dag at Marianne Marthinsen frå Arbeidarpartiet omtalte kuttet i formuesskatten som ei gåvepakke til dei rike. I same ordelag rosa ho trontalen, som beskriv landet sine utfordringar på ein god måte, men overraskande nok kritiserer ho regjeringa for å gjera noko med desse utfordringane. Noreg har tapt konkurransekraft kvar einaste dag dei siste åtte åra med den raud-grøne regjeringa. Me har eit kostnadsnivå og eit velferdsnivå som ligg betydeleg over våre handelspartnarar. Dette, i tillegg til dei særnorske skattane og avgiftene, gjer at konkurransesituasjonen er krevjande for svært mange bedrifter. Arbeidarpartiet foreslår i sitt budsjett å auka det særnorske skattenivået. Me må ha fokus på dei områda som kan betre konkurransekrafta. Budsjettet inneheld bl.a. tidenes satsing på forsking og to såkornsfond, i høve til regjeringsplattforma, og skattelettar, for å nemna noko. Dette for å fremja konkurransekraft. For å møta krevjande konkurranse samtidig som me legg til rette for nye næringar og næringar som har vekstpotensial, arbeider regjeringa også med andre tiltak enn det som kjem fram i budsjettet. Nokre av desse tiltaka kjem ein til å beskriva i ein maritim strategi og i ein reiselivsstrategi, for å sikra desse næringane konkurransekraft. Så har me Tveterås-utvalet, som den raud-grøne regjeringa nedsette. Dei kjem med sine tilrådingar om å betra lønsemda i verdikjeda for fisk. fisk. Det vert også arbeidd med ei anna stortingsmelding om vekst i havbruksnæringa. I tillegg, som det vart nemnt av fleire her i dag, kjem Scheel-utvalet om få timar med sine tilrådingar om eit vekstfremjande skattesystem. Representanten Syversen frå Kristeleg Folkeparti inviterte til eit breitt forlik, det same oppfattar eg at Truls Wickholm frå Arbeidarpartiet også gjer. Eg støttar det at me kan få eit breitt forlik om ei stor skatteendring for å fremja næringslivet vårt. Det fortener samfunnet. samfunnet. Klarar me å få til konkurransekraft med eit breitt forlik her i Stortinget, vil me stå mykje betre rusta til å møta ei framtid med usikre og fallande oljeinntekter for staten – framfor at ein driv med billeg retorikk og billege poeng om at plastposar skal finansiera gåvepakker til dei rike. Vi lever i en usikker og urolig verden. Internasjonalt er

som har flyktet fra landet. 6,5 millioner er internt fordrevne. Tyrkia og Libanon har tatt imot 1 million flyktninger hver, og Libanon er altså et land med mindre enn 5 millioner innbyggere. På denne bakgrunnen er Venstre veldig glad for at vi har fått gjennomslag for å ta imot 500 flere kvoteflyktninger enn det først hadde lagt opp til. Man kan godt si at 500 flere er lite når tallene er så uendelig store. Samtidig er det viktig å huske på at for de 500 dette vil gjelde, betyr det så uendelig mye for dem som enkeltpersoner at de nå får en mulighet til å komme til Norge og starte et nytt Fra Venstres side mener vi det er viktig også å styrke både UDI og UNE og har lagt det inn i vårt alternative budsjett. Og når det gjelder samarbeidsavtalen, er vi spesielt glad for at vi også har fått flertall for at et barnehagetilbud for 4- og 5-åringer i asylmottak videreføres, og at og at aktivitetstilbud for barn som bor i mottak, blir videreført, i tillegg til at vi sikrer tilstrekkelig antall plasser til mindreårige asylsøkere. Jeg tror det er viktig i den situasjonen verden er i – vi har de største flyktningtallene siden den andre verdenskrig – å ikke miste motet eller viljen fordi det er så mye man må gjøre, men hele tiden huske på at dette også handler om enkeltpersoner, og det er enkeltpersoner vi har en plikt til å beskytte, og det er enkeltpersoner vi har en plikt til å hjelpe. Derfor mener jeg Stortinget nå har grunn til å være stolt av at vi øker antallet kvoteflyktninger. Det er et viktig signal internasjonalt, og det er viktig for dem det gjelder.

Vi ser at vi har en regjering som på område etter område foreslår kutt som vil ramme mediemangfoldet, som vil føre til nedleggelse av flere aviser, som vil føre til at færre stemmer slipper til, og som kan representere en utfordring for vårt demokrati. De kutter i produksjonstilskuddet til aviser, kutter til samiske aviser, kutter til Nynorsk Avissenter,

mellom linjene og setter det i sammenheng med hva Høyre og Fremskrittspartiet egentlig mener om saken, så gir det grunn til bekymring. Her skriver flertallet at man «ber regjeringen foreta samtidig ESA-notifisering av lav, plattformnøytral merverdiavgiftssats på 8 pst., og plattformnøytral likebehandling gjennom nullsats for merverdiavgift både for papiraviser, e-aviser og Eksperter på feltet har advart mot at dette er en stor taktisk blunder, og at man med et sånt grep risikerer å overlate hele saken til ESA. Det er jo nettopp i prenotifikasjonsfasen at man kan undersøke hva handlingsrommet er i forhold til nullmoms, 8 pst. moms eller andre satser. Men løp er både uklokt og veldig uforutsigbart. Det tror jeg faktisk er et taktisk grep fra en regjering som egentlig ønsker 8–8. Vi ser at de gjør det i innstillingen, hvor de gjentar at det var riktig av Høyre og Fremskrittspartiet å foreslå lavmoms, altså 8–8, og innlegg fra mediepolitisk talsperson i Høyre, Kårstein Eidem Løvaas, tidligere i dag viser at det er en regjering som utelukkende er opptatt av 8–8. Arbeiderpartiet ønsker at regjeringen notifiserer nullmoms. Vi foreslår det i denne innstillingen, vi foreslår det i faginnstillingen til kulturkomiteen, og vi foreslår det også i skatteproposisjonen senere i år. år. De partiene som ønsker nullmoms, ber vi innstendig om å gå for dette forslaget, da det å overlate hele saken til ESA vil sette saken og Stortinget … Da er tiden ute. Politikk handler selvfølgelig om veivalg. Arbeiderpartiets veivalg handler om å videreutvikle verdens beste velferdssamfunn. Det

store skattekutt til de rikeste og et mer utrygt arbeidsliv. En skal aldri undervurdere velgerne, og er det noe velgerne har forstått, så er det konsekvensene av regjeringas budsjettforslag. Folk flest liker ikke urettferdighet – så enkelt er det. Så skal det sies at budsjettet ble noe bedre med Kristelig Folkeparti og Venstre, men fortsatt er mer marked og privatisering og større forskjeller. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringas opprinnelige budsjettforslag vil særlig bli husket for kuttet i formuesskatten som vil gi de rikeste flere millioner i skattekutt, kombinert med å frata de uføre barnetillegget. Nå klarte heldigvis Kristelig Folkeparti og Venstre å bremse noe av det, men med fortsatt millionkutt i skattene for de rikeste. Symptomatisk nok ble poseavgiften det som huskes best fra budsjettforliket. Det er forståelig at mange velgere er skuffet etter å ha hørt retorikken til særlig Høyre i valgkampen. Det var tydelig at Høyre hadde lært av sitt søsterparti i Sverige hvordan en skulle pakke inn politikken i lekker retorikk. Høydepunktet i så måte var slagordet

og da bør man absolutt ha respekt for at både vi og tilsynelatende også det norske velgerkorpset er dypt bekymret for hvilken retning landet går i. Da vil jeg bruke noen ord på arbeidslinjen og hvordan dette skal gjennomføres. For Arbeiderpartiet er arbeidslinjen viktig. Det burde resultatene fra vår tid i regjering de siste åtte årene før valget vise. Det ble under vår tid skapt ca. 350 000 arbeidsplasser – de aller fleste i privat sektor. Vi jobbet hele veien for å få et mer anstendig arbeidsliv, for at det skulle være et godt arbeidsliv for folk å arbeide i og å kunne stå lenge i. Å hevde at man står for arbeidslinjen og tiltakene er å sørge for at de som minst av alt kan stå i arbeid, får dårligere økonomiske vilkår, for dermed å presse dem inn i en arbeidssituasjon som de gjerne ikke er forberedt på – det er ikke vår arbeidslinje. Vår arbeidslinje handler om å skape et anstendig arbeidsliv, og da må vi også opprettholde de mekanismene som gjør at arbeidslivet blir slik. Da må vi ta opp kampen mot sosial dumping, da må vi sørge for at det finnes ordninger hele veien for å ta vare på dem som faller utenfor arbeidslivet, og vi må ha en retning på arbeidslivspolitikken – og all vår politikk – som sørger for sosial rettferdighet. Uten at vi har en politikk for sosial rettferdighet, blir både klimakampen, klimakampen, arbeidslinjen og alle andre politikkretninger meningsløse, etter vårt syn, for sosial rettferdighet er grunnsynet til Arbeiderpartiet. Så sies det at vi driver med overbud, og at vi ventet til i siste liten før vi la fram vårt alternative budsjett. Kanskje herrene kan tenke litt på at det har noe med ansvarlighet å Vi har lagt fram et alternativt budsjett til å styre etter, og da er det greit å vite hva som er rammene, og ikke hva vi har lyst til å gjøre. Derfor venter vi på hva rammene er for dette, og så innretter vi vår politikk ut fra det. Det å forsimple debatten ned på det nivået som ble gjort i de innleggene, synes jeg er uverdig. Jeg synes man skal ha respekt for de motsetningene som er, for dette er helt reelle politiske motsetninger, og kanskje hadde debatten

og viktigheten av hvordan debatten skal tas til vårt alles beste. Det er noe surrealistisk over å bli anklaget av Høyre for å drive overbudspolitikk. I valgkampen, som jeg jo husker godt, men som også begynner å bli en stund siden, var det altså ikke det området hvor Høyre skulle gjøre det bedre – eller som Heggelund ville ha sagt: ha brukt mer penger – enn Arbeiderpartiet. Det var på transportområdet, det var på helseområdet, det var på forsvarsområdet. Men så har vi også fått avdekket – eller avkledt, om du vil – i denne debatten her i dag Høyre og Heggelunds manglende vilje og evne til å prioritere disse områdene i møte med den virkelig store og ønskede prioriteringen, nemlig skattekutt til dem som har mest. Det er klart

så ville også Heggelund lagt merke til at Arbeiderpartiet lanserte noen pakker, politikkområder som vi syntes var viktige å satse på. Det handlet om å satse på arbeid, kamp mot sosial dumping, en satsing på fagarbeiderne, og om å se disse politikkområdene i sammenheng, for vi sier at det er ikke nok bare å gi lærlinger en skikkelig utdannelse; vi må også skape et attraktivt arbeidsliv hvor folk har lyst til å jobbe. Da må vi kjempe mot sosial dumping. Vi sa at vi skal ha en innsats på klima. Da må vi ha en innsats på flere områder: Vi må satse på transport, vi må satse på klimateknologi. Vi sa at vi må satse på helse. Da må vi se forebygging i sammenheng med reparasjon. På en rekke områder

Så er det riktig at kulturbudsjettet har blitt bedre etter at Venstre og Kristelig Folkeparti har vært med og forhandlet. Det skal vi være glad for, og det er kulturen også glad for. Så er det ikke sånn at vi er imot at private deltar i finansieringen av kulturlivet. Men det vi synes er betenkelig, er at det er de private som skal styre hvor pengene skal brukes, at det er de kulturinstitusjonene som får penger fra det private, som i tillegg skal utløse penger fra staten. Det er en privatisering som vi ikke støtter. Og ja, det er bra at man får på plass momsrefusjonen i salderingen av budsjettet, og det er bra at posten også øker i neste års budsjett. Men det hadde vært mulig å være med på å støtte dette også da revidert nasjonalbudsjett ble behandlet i vår. Det var kjent at utfordringene lå der. Men fortsatt til neste år er momskompensasjonsordningen underfinansiert, og idrettslagene må forberede seg på kakelotterier for å dekke den manglende momskompensasjonen i

Dette er det «tragiske».» Jeg vet vel kanskje ikke om det var dit Knag Fylkesnes ville da han foretok sammenligningen. Jeg er ikke så skolert i filosofi, men jeg har lest en del av Zapffe. Han er bl.a. medforfatter av et nordnorsk verk som heter Vett og uvett. Der kan vi lese om han som var så fæl til å lyge at kjerringa måtte ut for å rope inn kyrene – helt uten relevans for denne debatten. Fylkesnes kaller meg idealist og sier at jeg kun har en idealistisk tilnærming til problemstillingen. Jeg må på det sterkeste protestere. Det er en stor forskjell mellom meg og representanten Knag Fylkesnes, særlig når det gjelder skatt, og særlig når det gjelder eierskap. Når Knag Fylkesnes i tillegg tillater seg å gi den nåværende regjering skylda for at Cermaq ble solgt, viser det at her skyr man ingen midler. Tillatelsen til å selge Cermaq-konsernet fikk regjeringen fra det forrige storting – det kom som sak til Stortinget fra de rød-grønne. Vi diskuterte faktisk om det kunne være lurt å selge Cermaq, som var et stort konsern innenfor havbruk. Vi diskuterte om vi bare skulle kvitte oss med det,

til industrielle eiere. Det styrker eiersida, og det fører til at vi får bedre tilgang til markedet i Japan. Jeg tror at for bedriften er dette veldig bra. For arbeidsplassene og for verdiskapingen i landsdelen kan dette være veldig bra. Men jeg er ikke 100 pst. sikker på at representanten Knag Fylkesnes allikevel noen gang blir fornøyd. Det begynner å bli løssluppent – det er

Det er fordi vi fremmer vårt eget forslag om det. Forslag til romertallsvedtak IX, om å ivareta de langtidsledige i forbindelse med endringer i dagpengeperioden, kommer vi til å stemme for, men jeg vil fra denne talerstol bare presisere at vi primært er imot hele endringen i dagpengeordningen. Forslag til romertallsvedtak XIX stemmer vi for, men jeg vil understreke at vi ikke er med på innføring plastposeavgiften. Når det gjelder forslag til romertallsvedtak XXII, vurdering av lav elavgift for datalagring, stemmer vi for det, men henviser til at vi selv har et forslag om at dette bør innføres uten utredning. Når jeg først står her, må jeg nesten en liten visitt innom representanten Heggelund, for jeg har også lagt merke til hans fascinerende tendens til å ta på seg rollen som overdommer i disse debattene. Det er egentlig litt underlig å se på. Representanten Heggelund er trist fordi den norske politiske debatten er blitt redusert til en slags bevilgningskonkurranse. Jeg mener at han tar grunnleggende feil i den analysen, og at debatten gjennom dagen i dag er et bevis på det. Her har vi hatt en lengre debatt om grunnleggende forskjeller i tilnærmingen til økonomisk politikk. politikk. Heggelunds eget partis tanke om hvordan man skal redusere forskjeller gjennom først å øke dem – «trickle-down»-tankegangen, som vi kjenner fra mange samfunn – har fått seg en grundig omgang. omgang. Når vi prøver å få representantene for Heggelunds parti med på diskusjoner om f.eks. konsekvensene av å endre privatskoleloven eller konsekvensene av den privatiseringen av helsevesenet som vil følge i kjølvannet av fritt behandlingsvalg, er det ikke noen særlig vilje til det. Det samme gjelder diskusjoner om konsekvensene av tidenes nedsalg av norsk eierskap eller konsekvensene av kutt i viktige virkemidler overfor spesifikke næringer, under dekke av næringsnøytralitet. Det er regjeringspartiene som har hatt som strategi å underkommunisere hvilken retning de vil ta Norge i. Nå ser vi konturene av den retningen i budsjettet. Det er en retning som har fått et brutalt møte med velgerne. Det dreier seg om noe helt annet enn noen millioner kroner i forskjell når det gjelder bevilgninger.

en regjering som skryter av at det kommer færre flyktninger til Norge, når vi har den verste flyktningkatastrofen etter andre verdenskrig. Det er liksom en seier – for en regjering som må knegås av Venstre og Kristelig Folkeparti for å ta imot fattige 500 til. Det er ikke bare en helsemessig og humanitær katastrofe i disse nabolandene. Det er en ekstremt farlig politisk situasjon når så mange mennesker sitter i flyktningleirer og er på flukt i naboland. Det er millioner. Når det lille landet Libanon har fire millioner innbyggere og over en million flyktninger, burde jo det tilsi at en regjering i et land som har en eksepsjonell handlefrihet i økonomien, hadde tatt seg råd til litt mer, eller at de i hvert fall hadde gjort det de sier at de skal gjøre, nemlig å hjelpe folk der. Men heller ikke der legger de noen vesentlig større innsats på bordet. Det handler ikke om å hjelpe folk her eller å hjelpe dem der. Det handler om at vi må gjøre begge deler. Vi må gjøre det nå, fordi dette er mye verre enn noe av det andre vi snakker om i dag, og fordi det er en farlig situasjon som oppstår når resten av verden vender det døve øret til og ikke ildner hverandre opp til å gjøre mer og hjelpe flere. Der kunne Norge gått foran med et eksempel, Der kunne Norge gått foran med et eksempel, der kunne vi vært ute i Europa, i naboland, i de landene vi samarbeider med hele tida, for å avhjelpe denne alvorlige situasjonen. Men man gjør det ikke. I stedet velger man altså å bruke milliarder av kroner til de rikeste menneskene i dette landet, inklusive meg sjøl, og det kan jeg love er fullstendig

Så blir man kalt en overdommer. Ikke bare det, man blir kalt en dyster overdommer. Dette er Arbeiderpartiets sanne ansikt. Blir de utfordret, er dette retorikken man møter. Det fine var jo at representanten Wickholm i sitt innlegg bekreftet – i over et halvt minutt eller kanskje mer av hans taletid – at overbud er jeg og representanten Asheim viste manglende respekt for debatten og ikke minst for Arbeiderpartiets standpunkter, fordi man utfordrer dem på f.eks. arbeidslinjen, og fordi man utfordrer dem på deres plutselig manglende vilje til viktige omlegginger av velferdsordninger. Kan man med rette kalle det opportunisme? Ja, for jeg har sett hva bl.a. forrige taler har uttalt om forhandlingene i den forrige regjeringen om f.eks. barnetillegget. Men plutselig er det en svart-hvitt-debatt der Arbeiderpartiet alltid har stått på riktig side. Hva kommer så? Jo, da kommer de grunnløse polariseringene som vi polariseringer der polariseringer absolutt ikke hører hjemme, som f.eks. når det gjelder bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, der hvor det faktisk, uavhengig av hva representanter fra Arbeiderpartiet og SV måtte fortelle, er ganske bred konsensus. Det skal vi være veldig glade for at det er. Jeg håper at man kan løfte den politiske debatten til å handle om mer enn hvem som bevilget mest, at vi kan stå sammen om de områdene der det er viktig at vi i denne nasjonalforsamlingen faktisk står sammen, og at vi kan diskutere de ulike perspektivene vi har. Men overbud kan ikke alltid være løsningen, og jeg beklager, men det har Arbeiderpartiet bekreftet at de mener det er, med sitt alternative budsjett. Eg må få svare på innlegget til Bakke-Jensen. Først vil eg berre seie at eg er

Det regjeringa gjer i dette budsjettet og i det førre budsjettet, er for det første at ein trekkjer ut kapital frå ein landsdel som det er brei einigheit om manglar kapital. Dette er den mest kapitalfattige regionen i Noreg, og ein trekkjer ut kapital frå den regionen. Regjeringa føreslo ikkje å etablere eit såkornsfond, som eit samrøystes storting ønska å gjere. Det føreslo ein ikkje. Og ein veit ikkje kvar det såkornsfondet som samarbeidspartnarane har fått på plass, kjem til å hamne. Så ein trekkjer ut kapital. Det er det eine. Det andre ein også gjer – heilt aktivt – er at ein løyser opp forpliktingar. Når det gjeld naturressursar som ein har i landsdelen, løyser ein opp dei forpliktingane som ein har til å levere, for å etablere eller sikre industri i den regionen. Dei incentiva som ligg til grunn for faktisk å ha ein innovativ, framtidsretta industri, tar ein innovativ, framtidsretta industri, tar ein bort ved at ein løyser opp forpliktingane. Til slutt sablar ein ned dei satsingane som den raudgrøne regjeringa har stått for gjennom mange år – dei regionale utviklingsmidlane, Marint verdiskapingsprogram osv. Då synest eg det er spesielt å opptre så forfjamsa over kritikken. Eg har møtt mange ihuga Høgre-folk og Framstegsparti-folk i Nord-Noreg før valet og no i den seinare tida, og den karakteristiske nordnorske sjølvtilliten er borte. Dei klarar ikkje lenger å snakke så varmt på vegner av eigne parti si satsing i nord. Dei er òg meir og meir med på den kritikken som eg kjem med her. Kvar blir det av den store formuesatsinga i nord, med 4 pst. av formuen som er der? Og kvar blei det av den store vegsatsinga? Fylkesordførarane i Nordland, Troms og Finnmark har alle sagt at den satsinga blir nulla ut, fordi ein har svekkja budsjetta til fylkeskommunane. Vi har ein kommunemodell som favoriserer rike kommunar i sør, og som går ut over kommunane i nord. Så her er det ikkje særleg mykje å kalle inn kyrne for,

som siden valgkampen konsekvent har nektet – enten fysisk eller i pressen – å svare på spørsmål om hva som er deres viktigste argument helt fram til nå for deres politikk, nemlig den dynamiske effekten av skatteletter til dem som har aller mest fra før. Gjennom hele debatten i dag har vi hørt de samme argumentene, selv om de er blitt motbevist fra begynnelsen av. Vi har

om å slutte å være så irriterte og slutte å være så engasjerte, foreslår jeg at man heller tar de politiske debattene og kommer med et bevis, kommer med et argument, kommer med en forklaring på hvorfor man mener at skattelettene vil være dynamiske. For det har jeg så langt ikke sett. Det er noe som er underlig med en politiker som er overrasket over andre politikeres engasjement. Grunnen til at vi er engasjert, er at vi faktisk bryr oss. Det er fordi vi faktisk hører på de forskerne som vi applauderer fram. Vi hører på de forskningsresultatene som ligger der, vi tar det til etterretning når 17 av 20 økonomiprofessorer i dette landet sier at den dynamiske effekten av skattelette til dem som har aller mest fra før, ikke automatisk vil gagne dem som har minst. Med mindre det foreligger en hemmelig avtale som jeg ikke har sett, mellom regjeringen og dem som har aller mest, om at hvis de bare får et lass med skattelette, så vil de sette i gang og skape en haug med arbeidsplasser, etterspør jeg fortsatt evne til å ta debatten, ikke bare snakke høyverdig om å løfte

Vi ønsker en arbeidsmiljølov som står i ryggen på deg når du går ut på brakka. Vi ønsker tiltak mot sosial dumping som faktisk bekjemper sosial dumping. Når en er ute på arbeidsplassene og møter russiske, polske og litauiske arbeidere som har det tøft, og som blir presset – ja, da er faktisk fagforeningenes tilgang til å saksøke for usakligheter og til å saksøke Forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyre er at vi lytter til de tusener på tusener av lytteposter som er ute på norske arbeidsplasser, som bygger landet, som hver eneste dag står opp grytidlig, kjører i barnehagen, som er fleksible, som hver eneste dag tilpasser seg – de som virkelig er bunnlinja i den norske modellen. Vi lytter til alle de tusener på tusener – 900 000 medlemmer i LO, flere hundre tusen medlemmer i Sykepleierforbundet – vi tar dem med på høring. Vi har et helt annet syn på arbeidslivet og på den organiserte modellen. Hvis løsningen på sosial dumping er Arbeidstilsynet, synes jeg det er skrekkelig at unnskyldningen for at Servicesenter for for koordinerende enheter – for å ta mer av kriminaliteten innenfor arbeidslivet – ikke er på plass, er at byene ikke har gjort nok for å få det, at man argumenterer med det. Hvis det er løsningen på den sosiale dumpingen, må regjeringen se til å levere det med en eneste gang. Vi vet at skal vi løse sosial dumping, må vi spille på lag, da må vi faktisk gjøre det sammen – bruke de tusener på tusener med basene, tillitsvalgte, de som har akkorder ute på arbeidsplassene, de som jobber hver eneste dag for å øke produktiviteten på byggeplassene. Det er jo ingen der ute som ønsker den kriminaliteten, man ønsker et regelverk, man ønsker rettigheter, og man ønsker politikere som støtter seg, at man ikke hver eneste dag mistenkeliggjør motivene. Det er ingen som ønsker en useriøs byggebransje, det er ingen som ønsker useriøsitet når man går ut i useriøsitet når man går ut i lære, når man skal lære seg et fag. Man ønsker å kunne snakke med folk, man ønsker å vite at dem man jobber med, er trygge, og at man selv er trygg, fordi man har fått god nok opplæring. Det sikrer man gjennom et godt regelverk, med en arbeidsmiljølov som støtter folk i ryggen, og som ikke møter folk i døra når de kommer inn. Representanten Frank Bakke-Jensen har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet

den evinnelige debatten om å skattlegge næringslivet: De må vise oss at de kommer til å bruke disse pengene på å lage arbeidsplasser. Det er arbeidsplasser som er skapt, det er bedrifter som er skapt, det er maskinparker – vi takserer det og så krever vi inn skatt på det. Jeg skjønner ikke hvorfor man tror at så snart vi skatter disse menneskene som har bygd arbeidsplassene, bygd verdiene, litt mindre, slutter de å skape.

regjeringspartiene gjør med pengene sine, og det de snakker mest om. Vanligvis er det sånn at det man bruker mest penger på i et budsjett, også er det viktigste man har å snakke om i debatten etterpå. Den store enkeltsaken i dette budsjettet har vært formuesskatten, men formuesskatten har nesten vært fraværende i de innleggene regjeringspartiene har holdt i denne debatten. De årene SV satt i regjering, var vi veldig klare på hva som var vår aller viktigste enkeltprioritering, og det var å få store summer over statsbudsjettet inn i barnehagene. Da snakket vi også mest om barnehagene, fordi vi ville at folk skulle huske det. Nå er det formuesskatten som er den store prioriteringen, men regjeringspartienes representanter snakker ikke om formuesskatten i sine innlegg. Det må jo være fordi de ønsker at folk skal glemme at det er det som er hovedprioriteringen. Så denne debatten har vært preget av unnvikende regjeringspartier som er lite interessert i å diskutere det viktigste grepet i sin egen politikk, og det tolker jeg som et tegn på at man ikke tror den debatten kan vinnes. Det tror jeg er en veldig god vurdering, og det sier mye om svakheten ved regjeringens prioriteringer. Det er gjerne sånn føler at man står svakt på eget grunnlag, blir lysten til å komme med knallharde utfall mot andre ekstra sterk, og det var vel det vi så i denne finalerunden, tenker jeg. Representanten Martin Kolberg har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg tar ordet til denne korte merknaden, for alle har jo hørt denne debatten og den tunge, prinsipielle delen av den, og jeg mener at det er grunn til for Stortinget å merke seg at finansministeren, som har hørt hele denne debatten, ikke deltar i den, enten fordi hun ikke har lyst, fordi hun ikke vil, eller fordi hun ikke synes at det er nødvendig. Det synes ikke jeg er riktig, og jeg mener at det hadde vært helt på sin plass at Stortinget hadde fått høre hva finansministeren mente om den siste delen av debatten som Stortinget nå har hatt.

Så her er det ikkje

Stortinget er da klar til å gå til votering. Presidenten foreslår at finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for 2015 i Stortingets møte 8. oktober 2014 vedlegges protokollen. – Det anses enstemmig vedtatt. Under debatten er det satt fram i alt 29 forslag. forslag. Det er forslagene nr. 1 og 30, fra Marianne Marthinsen på vegne av Arbeiderpartiet forslag nr. 2, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti forslagene nr. 3–13, fra Trygve Slagsvold Vedum på vegne av Senterpartiet forslag nr. 14, fra Terje Breivik på vegne av Venstre forslagene nr. 15, 17–26, 28 og 29, fra Snorre forslag nr. 16, fra Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne Presidenten gjør oppmerksom på at forslag nr. 27 fra Sosialistisk Venstreparti ikke er fremsatt. Til forslag nr. 30, fra Arbeiderpartiet og forslagene nr. 17–26, 28 og 29, fra Sosialistisk Venstreparti vil presidenten bemerke at de er fremsatt etter den fristen som er fastsatt i Stortingets forretningsorden for Grunnen til at de måtte fremsettes på denne måten, er at de ved en misforståelse ikke er inntatt i tilleggsinnstillingen, men bare er med i den første innstillingen komiteen avga. De blir derfor behandlet på vanlig måte. Det voteres over forslag nr. 16, fra Miljøpartiet De Grønne.

støtter forslaget. Vi skal så votere over innstillingens forslag til vedtak. Presidenten antar at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ønsker å stemme imot. Vi skal videre votere over de øvrige romertall i innstillingens forslag til vedtak, og